I samsvar med Grunnlova gir Kongen denne meldinga til Stortinget om Noregs tilstand og styring i tida etter siste melding. Oljeprisen fall frå rundt 110 dollar per fat sommaren 2014 til under 45 dollar per fat sommaren 2016. Inntektene og lønnsemda i oljenæringa og skatteinntektene til staten har gått ned. Det gir lågare investeringar og sysselsetjing i petroleumsrelaterte næringar, noko som igjen trekkjer ned veksten i fastlandsøkonomien. BNP for Fastlands-Noreg auka med 1,1 pst. i 2015. I 2015 utgjorde verdiskapinga i petroleumssektoren 17 pst. av Noregs BNP, og statens netto kontantstraum frå oljeverksemda var 218 mrd. kr. Fallet i oljeprisen rammar Sør- og Vestlandet hardt. Regjeringa har støtta opp under sysselsetjinga i regionen, gjennom midlar til vedlikehald og investeringar. Den økonomiske politikken gir no kraftige impulsar til norsk økonomi. Noregs Bank har sett ned renta til eit rekordlågt nivå. I byrjinga av september var den norske krona nesten 15 pst. svakare enn før oljeprisfallet. Saman med eit moderat lønnsoppgjer betrar det konkurranseevna. Også finanspolitikken bidreg til auka etterspørsel. I revidert nasjonalbudsjett 2016 la regjeringa opp til ein bruk av olje- og fondsinntekter på 205,6 mrd. kr. Det er ein betydeleg auke frå året før, noko som er med på å halde oppe veksten i ei krevjande tid. Nivået svarer til 2,8 pst. av Statens pensjonsfond utland ved inngangen til 2016 og er dermed godt under Arbeidsløysa, målt ved Statistisk sentralbyrås arbeidskraftsundersøking, AKU, utgjorde i juli 5,0 pst., mot 4,3 pst. i juli 2015. Den registrerte arbeidsløysa har gått noko ned i 2016 og var 2,9 pst. i september, justert for sesongvariasjonar. Eit breitt fleirtal på Stortinget har slutta seg til hovudtrekka i regjeringa Skattereforma vil gjere det meir lønnsamt å investere i norske arbeidsplassar og bidra til føreseielege vilkår for næringslivet. Grøn skattekommisjon la fram si utgreiing i desember 2015. I tråd med semja om 2016-budsjettet er det etablert eit samarbeid med Kristeleg Folkeparti og Venstre i oppfølginga. Produktivitetskommisjonen la fram den avsluttande rapporten sin i februar. Rapporten inneheld forslag som kan gi høgare produktivitetsvekst innanfor forsking og innovasjon, arbeidsmarknaden og offentleg sektor. Rikets tilstand vert påverka av utviklinga utanfor Noregs grenser. Noreg tek aktivt del i innsatsen mot terrorisme og i det førebyggjande arbeidet mot valdeleg ekstremisme. Regjeringa har styrkt Noregs innsats i koalisjonen mot ISIL. Militært personell skal drive kapasitetsbygging av irakiske sikkerheitsstyrkar og dessutan trening, rådgiving og operativ støtte til lokale grupper i Syria. Noreg har vidareført bidraget til Resolute Support Mission i Afghanistan i 2016. Noreg har også auka bidraga til FNs fredsbevarande operasjonar, m.a. med eit militært av Krim-halvøya og konflikten i Ukraina pregar framleis forholdet mellom Russland og vestlege land. På NATO-toppmøtet i Warszawa vedtok stats- og regjeringssjefane tiltak som vil styrkje alliansen si evne til kollektivt forsvar. Noreg har auka sine bidrag for å setje alliansen betre i stand til å løyse oppgåvene sine. Vi ser ikkje nokon direkte militær trussel i nord. Regjeringa arbeider for å halde ved like Arktis som ein fredeleg og stabil region. Den 17. juni la regjeringa fram ein ny og ambisiøs langtidsplan for forsvarssektoren som vil bidra til å styrkje forsvarsevna. Regjeringa vidarefører ein aktiv freds- og forsoningspolitikk og har m.a. lagt til rette for at partane i Colombia nyleg inngjekk ein historisk fredsavtale. Vinteren 2016 bidrog Noreg til at Irans overskytande mengder av opprika uran vart erstatta med naturleg uran, slik at den historiske atomavtalen med landet kunne tre i kraft. I 2016 auka regjeringa den totale humanitære innsatsen til nesten 5 mrd. kr. Noreg tok initiativ til og var medarrangør av givarkonferansen for Syria i London, som resulterte i eit historisk høgt bidrag. Den nye avtalen om EØS-finansieringsordningane for perioden 2014–2021 vart underteikna i mai. For å sikre sentrale norske interesser vil regjeringa følgje prosessen mellom EU og Storbritannia etter den britiske folkerøystinga tett. Året 2015 var eit vendepunkt for det globale klimasamarbeidet. Landa i verda samla seg om ein ny internasjonal traktat. Paris-avtalen gir retning i arbeidet for å hindre farleg global oppvarming. Det er innleidd ein dialog med EU om felles oppfylling av klimamåla for 2030. I 2015 kom det totalt 31 145 asylsøkjarar til Noreg, det høgaste talet nokon gong. Av desse var 5 297 einslege mindreårige. Fleire land innførte grensekontroll, og regjeringa innførte mellombels grensekontroll i november 2015. Deretter gjekk talet på asylsøkjarar til Noreg markert ned. Talet på asylsøkjarar som har kome til Noreg så langt i 2016, er det lågaste sidan 1997. I 2015 transporterte politiet ut i overkant av 7 800 personar utan lovleg opphald. Kommunane busette over 11 300 flyktningar i 2015. Dette er det høgaste busetjingstalet nokosinne. Regjeringa sin integreringspolitikk, som vart lagd fram for Stortinget i mai 2016, byggjer på at dei som får opphald, raskt skal kome i arbeid. Kvar enkelt skal møtast med ei forventning om stor eigeninnsats. Integrering er eit samspel mellom mange partar – stat, kommunar, arbeidsgivarar og næringsliv og frivillige organisasjonar. Landet rundt har det vore arbeidd for å finne gode løysingar for nye og sterkare kommunar. Den 1. oktober tok regjeringa imot tilrådingane frå fylkesmennene. Stortinget har gitt tilslutning til regjeringa sitt forslag til nytt inntektssystem for kommunane frå 2017. Overordna mål med systemet er eit likeverdig tenestetilbod i heile landet. Regjeringa har effektivisert og forenkla regelverk for plan- og byggjesaksprosessar. Regjeringa har styrkt satsinga på næringsretta forsking og innovasjon. Dessutan har regjeringa lagt fram ein ambisiøs gründerplan, og det er løyvt 400 mill. kr til Noreg er den nest største eksportøren av sjømat i verda. I 2015 vart det eksportert sjømat frå Noreg til ein verdi av 74,5 mrd. kr. Gjennomførte forenklingar, m.a. digitalisering av offentlege tenester og nytt regelverk for offentlege innkjøp, er med på å gi innsparingar for næringslivet. I mars la regjeringa fram melding om fosterheimsomsorga. Tema for meldinga er betre kartlegging av barna, fleire fosterheimar i nær familie og nettverk og betre oppfølging av fosterfamiliane. I april la regjeringa fram ei familiemelding som løftar fram familien som den grunnleggjande eininga, byggjesteinen og verdiformidlaren i samfunnet. Regjeringa følgjer opp strategien Barn som lever i fattigdom, som vart presentert i Aldri har det vore satsa meir på kvalitet i barnehagen. Løyvingane til kvalitetstiltak er auka med 120 mill. kr. Regjeringa følgjer opp Lærarløftet og bruker omtrent 1,2 mrd. kr på vidareutdanning i 2016. Vidare arbeider regjeringa med å innføre nye, femårige grunnskulelærarutdanningar på masternivå frå 2017. Saman med ei rekkje andre tiltak vil dette gi eit løft for læraryrket. Regjeringa sitt forslag til endringar i kyrkjelova for å omdanne Den norske kyrkja til eige rettssubjekt er vedteke og trer i kraft 1. januar 2017. Etter tilslutning frå Stortinget vart det 1. januar innført ei insentivordning for film- og tv-produksjonar. Ordninga skal bidra til auka erfaring og kunnskap, stimulere til vekst og auka internasjonalt samarbeid i filmbransjen. Regjeringa vil ruste Noreg med eit effektivt og moderne transportsystem. Arbeidet med å reformere veg- og jernbanesektoren har vore ført vidare i 2016. Auka trafikksikkerheit er prioritert. Regjeringa vidarefører arbeidet med eit meir konkurransedyktig norsk landbruk. Gjennom jordbruksoppgjeret er det lagt til rette for auka matproduksjon. Regjeringa arbeider vidare med å styrkje og fornye norsk politi og Regjeringa har lagt fram ein opptrappingsplan for kriminalomsorga. Vidare har regjeringa bygd nye fengselsplassar og leigd 242 fengselsplassar i Nederland for å auke kapasiteten. Den 1. desember 2015 vart det markert at det nye naudnettet er landsdekkjande og i bruk i heile Noreg. Dette er eit stort løft for samfunnssikkerheita. Det I november 2015 fekk Stortinget for første gong presentert ein nasjonal plan for utvikling av sjukehusa. Sjukehusa hadde i 2015 eit positivt resultat på 2,7 mrd. kr, om lag det same som året før. Om lag 1,9 millionar pasientar fekk behandling ved somatiske sjukehus i 2015, ein oppgang på 2,5 pst. frå året før. Regjeringa innførte 28 pakkeforløp for kreft i 2015. Pakkeforløpa gir føreseielege og trygge forhold for pasientar og pårørande.

Deres Majesteter, Deres Kongelige Høyhet, medrepresentanter! I dag åpner vi det 161. storting. Folkets valgte representanter tar på nytt sete i denne sal, som i 150 år har huset Stortingets forhandlinger. Stortingets høytidelige åpning er vårt folkestyres årlige omdreiningspunkt. Denne seremonien minner oss, gjennom sine faste og gjenkjennelige rammer, om bestandigheten og de lange linjer i vårt folkestyre. Trontalen på sin side bærer bud om den usikkerhet og uro som følger med en endringens og omstillingens tid. Forandringene rundt oss er store, de skjer raskt, og mange av dem er vanskelige, om ikke umulige, å forutse. Økonomiske og teknologiske omveltninger veves sammen med klimaendringer og utenrikspolitiske spenninger. Situasjonen i Europa er krevende. Storbritannias beslutning om å forlate EU, utviklingen i Russland og den dramatiske situasjonen i Europas nærområder farger vår politiske hverdag. I vår stortingsperiode har terrorangrep rystet europeiske land med uhyggelig hyppighet. Angrepene er avskyelige, hensynsløse og representerer en avvisning av demokratiet slik vi kjenner det. Store globale utfordringer finner alltid sitt speilbilde i norsk politikk. Usikkerhet hos andre blir også følbar hos oss. Truslene er ulike, men det fellesmenneskelige behovet for trygghet gjelder verden over. Læreren i Aleppo, oljeingeniøren på Jæren, industriarbeideren i Sheffield, kaféverten i Paris, butikkeieren i Kiev, eller den mindreårige asylsøkeren på Vallermyrene – alle deler vi med dem ønsket om og behovet for trygghet, for arbeid, velferd og sikkerhet. Nettopp i møte med mer krevende tider er det viktig å sette langsiktige og overordnede mål. Vårt daglige parlamentariske arbeid er mer enn en lang rekke enkeltsaker. Det staker også ut en kurs. Veien mot å realisere langsiktige mål går gjennom de mange mindre beslutninger, slik de kommer til syne i partienes gruppemøter, komitérom og i denne sal. Gjennom 202 år har vi bygget et folkestyre som viser evne til på den ene side å synliggjøre de politiske forskjellene og bidra til den debatten et levende demokrati krever, men på den annen side også å være løsningsorientert og pragmatisk når det gjelder. Stortingets høytidelige åpning er en symbolmettet påminnelse om hva som må være vårt utgangspunkt i møte med en usikker og urolig verden: et balansert og godt innrettet demokratisk system som bæres oppe av en forutsigbar og, ikke minst, åpen politisk kultur. Det er her vi har vår arbeidsform, det er her vi skal enes om veien til fortsatt trygghet og velferd. De 169 representantene som sitter i denne salen, er – og skal være – blant de mest tilgjengelige parlamentarikere i verden. Alle legger vi vekt på å oppsøke våre lokalsamfunn og være til stede der folk samles. Våre folkevalgte deler samtale med det folket som har valgt dem, bygger politikken nedenfra og gjør den gjenkjennelig. I dette fellesskapet ligger vårt viktigste våpen mot ekstremisme, populisme og uansvarlig politikk. I dag, hvor «al Magt og Kraft» i bokstaveligste forstand er samlet i denne sal, minnes vi en ruvende skikkelse i Stortingets historie, 200-årsjubilanten Johan Sverdrup. La oss avslutte med de ordene Sverdrup lot falle om seg selv i året 1866, da stortingsbygningen var helt ny: «Hverken mine evner, kundskaber eller kår over folket. Jeg er et folkets barn; blant det er min plads og til det er jeg bunden med bånd, der ikke kan sønderrives. Har jeg nogensinde været dårlig nok til at tænke annerledes, da var det en forbifarende drøm.» Med disse ord, og i forvissning om at alle folkevalgte i denne sal vil gjøre sitt ytterste for å løse de mange store oppgavene som ligger foran oss, samler vi oss i det gamle ønsket: Gud bevare Kongen og fedrelandet!